folkehelsearbeidet. Vi har gjort det, og vi burde framleis gjera det, og vi bør setja ein standard for forbrukarinformasjon på alkohol, slik at alle forbrukarar kan gjera kunnskapsbaserte val. Senterpartiet kjem til å stemma subsidiært for forslag nr. 2, frå Arbeidarpartiet og Venstre. Eg skal òg helsa frå Kristeleg Folkeparti og seia at dei gjer det Heilt til slutt eit par kommentarar til førre talar. Representanten Stensland er einig i prinsippet, men det hjelper så lite når han ikkje har politisk vilje til å gjera noko med dette. Og til at det vil verta ein kraftig reduksjon i nisjeproduksjonen, som vert brukt frå fleire parti som eit argument for ikkje å stemma for dette: Senterpartiet har vore klar i sine merknader på at om det er nisjeprodusentane som er problematiske, kan vi la dei få nokre overgangsordningar. Men vi skal jo ikkje oss og la resten av den store alkoholindustrien sleppa lett unna. Det å venta på EU-kommisjonens arbeid er berre ei dårleg unnskyldning for at ein ikkje har politisk vilje i denne saka. Så til helseåtvaringar: Det vert framstilt som ei gladsak at ni av ti gravide ikkje drikk alkohol, men eg synest det er ganske mange når 10 pst. av gravide nyt alkohol og ikkje er totalfråhaldande, når vi veit at dette er noko som er direkte skadeleg for fosteret. Når representanten Stensland viser til at dette treng vi ikkje informasjon om – eller trekant på eller sånt – tenkjer eg at han som representant for legemiddelindustrien har eit heilt anna syn. Der er det heilt klare reglar for at alt som ein ikkje kan bevisa ikkje er skadeleg for fosteret, skal merkjast. Igjen behandlar vi alkohol på ein heilt annan måte.
viktig sak og en viktig debatt. Så vil jeg si at i sin iver etter å framstille politisk konflikt kan man ikke diskutere dette på et grunnlag som om vi befinner oss i Nord-Korea. Vi forholder oss her til mange lovverk, og først av alt mangler vi vel kunnskap om hva som står over oss av hvilke lover i den situasjonen vi er i akkurat nå. Venstre mener derfor det er veldig god grunn til å avvente flere land og flere aktørers arbeid med både utredninger og muligheter for å innføre innholdsmerking av alkohol og ikke gjøre noe forsøk på å innføre særnorske krav nå. Det vi kan gjøre i dag, er å imøtekomme norske forbrukeres ønske om å få mer informasjon om alkoholholdig drikke og faktisk skape fortrinn for norske produsenter. Den dugnaden kan vi starte på, og det er derfor Venstre fremmer et eget, pragmatisk og progressivt forslag om et spleiselag mellom mange aktører – både bryggeriaktører, produsenter, mikrobryggerier, for den del, og også laboratoriesektoren. Laboratoriene er et av hindrene for å starte dette i dag, med manglende kapasitet. Det er en betydelig analysekapasitet som skal til for å gjennomføre dette. Derfor mener jeg at det per i dag er et ganske urealistisk forslag å ta Men debatten her i dag og saken mener jeg viser at det er et flertall i Stortinget for prinsippet om innholdsmerking, og det synes jeg er en seier som Senterpartiet og Kristelig Folkeparti også bør ta med seg. De har mulighet til å få flertall for dette prinsippet gjennom det forslaget som Arbeiderpartiet og Venstre i fellesskap fremmer om en utredning. utredning. Når Venstre ikke får flertall for forslaget om et pilotprosjekt, stemmer vi selvfølgelig for forslaget om en utredning for å få mer kunnskap om hvordan vi kan gå fram her for å få til dette, og også for å skape kapasitet i norske laboratorier og andre aktører for å få til dette. Den teknologiske utviklingen gjør dette fullt mulig. Så det er en Så det er en henstilling til Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, og SV også, for den del, om å følge Arbeiderpartiet og Venstres forslag om en utredning for å få til en faktisk endring av politikken på dette området. Jeg vil da fremme forslaget fra Venstre. Representanten Ketil Kjenseth har tatt opp det forslaget han viste til. Med fare for at dette utvikler seg til en konkurranse om da fremme forslaget fra Venstre. Representanten Ketil Kjenseth har tatt opp det forslaget han viste til. Med fare for at dette utvikler seg til en konkurranse om hvem som kan ha de varmeste hyllestene til sitt lokale bryggeri – der var Morten Wold sterkt framme – må jeg bare understreke at tror at for alle oss bergensere i salen er det ikke sånn at man er mindre glad i sitt lokale bryggeri, i vårt tilfelle Hansa, om en går inn for at det skal være innholdsfortegnelse på etiketten. Det skal ikke gjøre noe forskjell for nytelsen, det tror jeg representanten Wold kan være trygg på. Det er ikke et urealistisk forslag som fremmes her i dag, det er et forslag om at regjeringen skal komme tilbake igjen til Stortinget med en sak innen utgangen av året, som altså gir regjeringen en viss tid til å jobbe med hvordan en sånn regel kan håndheves. Det er bra at det likevel ser ut til å være et flertall for prinsippet, selv om det ikke blir flertall for det aktuelle forslaget i dag, for det er jo en merkverdighet at vi ikke har samme type krav til innholdsmerking av disse varene som vi har til næringsmidler for øvrig. Det handler om to ting. Det handler om muligheten til å ta opplyste valg som forbruker – mange er f.eks. opptatt av kaloriinnholdet i det vi får i oss men det handler også om trygghet og om en mulighet til økt kontroll med at det ikke kommer ting i de produktene vi har i oss, som ikke burde være der. Det å ha den typen krav kan også være med på å styrke vår kontroll med det. Så er det en annen diskusjon her, nemlig: Hva er innenfor og hva er utenfor EØS-avtalen? Vi vil advare mot en utvikling der vi selv pådrar oss en strammere og strammere tolkning av avtalen, og det er vanskelig å forstå at et såpass beskjedent tiltak og et selvsagt forbrukerkrav som dette skulle bringe oss på kant med EØS. Vi registrerer at det ikke er flertall for forslaget om å be regjeringen komme tilbake med en sak Derfor vil SV subsidiært stemme for Venstres forslag om en utredning av konsekvenser, sånn at vi kan være med og sikre flertall for det og komme i gang med en prosess i denne saken. Det er saken. Det er viktig med god forbrukerinformasjon på alle mat- og drikkevarer for å legge til rette for at forbrukerne kan ta informerte valg. Jeg mener at alle alkoholholdige drikkevarer bør merkes, slik det gjøres med andre næringsmidler. Dette er viktig ut fra et forbrukerhensyn, men også av hensyn til folkehelsen. Regelverket om merking av mat- og drikkevarer er harmonisert i gjennom matinformasjonsforordningen, EU-forordning nr. 1169/2011, som trådte i kraft i EU og Norge 13. desember 2014. Denne forordningen fastsetter harmoniserte og detaljerte krav til merking. Disse kravene er ikke minimumskrav. Forordningens kapittel 5 gir også regler om medlemslands adgang til å fastsette nasjonale krav om merking. Regelverket omfatter også alkoholholdige drikkevarer. drikkevarer. Regelverket krever i dag at all alkoholholdig drikkevare som inneholder mer enn 1,2 volumprosent alkohol, skal merkes med alkoholinnhold angitt i volumprosent. Videre skal innholdet av en rekke ingredienser eller stoffer som kan utløse allergier eller intoleranse, merkes på alkoholholdige drikkevarer, slik det Alkoholholdige drikkevarer med over 1,2 volumprosent alkohol er unntatt fra kravet om at merking skal omfatte en ingrediensliste og en næringsdeklarasjon. For alle andre ferdigpakkede næringsmidler gjelder kravet om merking med en ingrediensliste allerede i dag. Kravet om merking med en næringsdeklarasjon gjelder for alle andre ferdigpakkede næringsmidler fra 13. desember 2016. Overgangstiden skal gi aktørene tid til å tilpasse seg. Etter matinformasjonsforordningen skal Europakommisjonen utarbeide en rapport til rådet og parlamentet der kommisjonen særlig skal vurdere om alkoholholdige drikkevarer skal omfattes av forordningens krav til merking med ingrediensliste og næringsdeklarasjon. Rapporten skulle vært lagt fram senest 13. desember 2014, men har forsinket. Jeg er gjort kjent med at Europakommisjonen har informert om at et utkast til rapport er til intern behandling i Europakommisjonen. Jeg ser det som naturlig å avvente denne rapporten fra Europakommisjonen, og er glad for at komiteens flertall også er enig i det. Jeg vil i tiden framover arbeide for at alkoholholdige drikkevarer skal bli omfattet av kravet i matinformasjonsforordningen, og jeg vil ta opp spørsmålet når jeg treffer mine kollegaer i EU, bl.a. når jeg reiser til Brussel i slutten av denne måneden. Jeg vet at det har vært oppmerksomhet rundt den forsinkede rapporten fra helse- og miljøkomiteen i Europaparlamentet, senest i komiteens siste møte, som var i slutten av januar. Jeg ser det derfor ikke som naturlig å begynne et arbeid med en eventuell nasjonal regulering av merking av alkoholholdige drikkevarer med ingrediensliste og næringsdeklarasjon nå. Jeg tar imidlertid forbehold dersom prosessen i EU skulle vise seg å ta urimelig lang tid.

Matinformasjonsforordningen er ikke til hinder for at alkoholholdige drikkevarer på frivillig grunnlag kan merkes med ingrediensliste og næringsdeklarasjon. I påvente av en avklaring av forordningens krav til merking av alkoholholdige drikkevarer er det mulig for bransjen å merke slike drikkevarer. Jeg har registrert at flere alkoholholdige drikkevarer som selges i Norge, har den type merking, og det er jeg positiv til. Jeg vil også følge med i utviklingen i land i EØS-området når det

replikkordskifte. Helseministeren i en tidligere borgerlig regjering tok det modige valget å gå foran når det gjaldt røykeloven. Det var mye diskusjon den gangen også. Norge har klart å leve med og videreutvikle det alkoholpolitiske handlingsrommet vi har gjennom EØS-avtalen. Hva hindrer helseministeren i dagens

Når det gjelder spørsmålet om å merke alkoholholdige drikkevarer på lik linje med andre næringsmidler, ut ifra både et forbrukerhensyn og et folkehelsehensyn, har jeg ikke noen annen tilnærming til det spørsmålet enn at dette er noe som det nå jobbes aktivt med i EU-systemet, og at det vil være naturlig for Norge å avvente hva som kommer derfra, se hvilket regelverk en kommer fram til der, når de har kommet så langt i prosessen.

Jeg redegjorde i mitt innlegg for prosessen og for hvor langt den er kommet når det gjelder reglene knyttet til innholdsdeklarasjon. Jeg skal også ha et møte med EU-kommissæren i slutten av denne måneden, der dette temaet vil være dagsordenen. Jeg synes det er prisverdig, det statsråden har gjort når det gjelder røyk og snus, og som er sendt ut på høring. Det har jeg sagt, og det står jeg for. Men hva gjør at når andre land nå går foran med innholdsmerking og advarselsmerking på alkohol, må vi vente og se hva andre gjør? Hvorfor vil ikke statsråden heise flagget her også, som vi har gjort når det gjelder røyk, nettopp fordi det er så stor helsegevinst, og nettopp fordi folk ber om å få en innholdsdeklarasjon på det de skal drikke? Når flertallet sier det, hva gjør at man holder igjen mer på alkohol enn på andre varer? Igjen opplever jeg at en blander sammen to ulike Det ene er knyttet til innholdsmerking av alkoholholdige produkter. Jeg sa i mitt innlegg at jeg mener det er viktig med god forbrukerinformasjon på alle mat- og drikkevarer, for å legge til rette for at forbrukerne kan ta informerte valg. Derfor mener jeg at alle alkoholholdige drikkevarer bør merkes, slik som en gjør med andre næringsmidler. Jeg har ikke registrert at noe land i Europa som er medlem av EU,

Kjersti Toppe

tid. Då er mitt spørsmål: Kva er urimeleg lang tid for statsråden? Er det eit halvt år? Er det eitt år, to år, tre år, fem år? Kan statsråden seia noko om kva som er urimeleg lang tid i denne saka? Nei, regjeringen har ikke bestemt hva som er urimelig lang tid. Men som sagt, jeg skal besøke EU-kommissæren – hvis jeg ikke husker feil – på Da kommer dette til å være et tema, og da vil jeg også få et inntrykk av hvordan framdriften er i saken i EU. Replikkordskiftet er omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil minutter. Når jeg sitter og hører på debatten, lurer jeg på om vi diskuterer ut fra et pasient- og forbrukerperspektiv, eller om vi gjør det ut fra næringens perspektiv. Jeg synes det er et paradoks når regjeringen tar til orde for at det er pasientens helsevesen, og legger til grunn at det er det de skal bygge, og flesteparten av våre innbyggere sier at de faktisk ønsker brukerinformasjon – ønsker å vite hva de drikker, og ønsker å se mer på alkoholflaskene alkohol. Så kjenner jeg på at jeg også synes det er et paradoks at vi er flinke til å advare om andre ting som er farlig for gravide og for folk som kjører, mens når det gjelder merking av alkohol, ligger det framme i pannen hos andre land som har en advarsel, som er en annen måte å merke på på – mens vi ikke ønsker å ta en lederrolle her og være med og dra lasset. Jeg konstaterer at vi vil vente og se, og det synes jeg, ut fra at det er et av de største helseproblemene vi har, er ganske defensivt når vi vet at alkohol er en så stor utfordring, og når gravide kvinner sier at de ikke får informasjon om at det er så farlig,

uttaler meg på vegne av Høyre i saken. Jeg har ikke jobbet i legemiddelindustrien siden 1999, så det blir å dra det veldig langt, og jeg vil be om at en ikke prøver å stemple folk på denne måten – i den grad det er et stempel. Så vidt jeg vet, er det ingen yrkesgrupper som har sine egne representanter her i salen, vi er alle folkevalgte. Når det er sagt, blir det også sagt at vi ikke vil merke alkoholholdig drikk. Jeg sa at vi vil, men vi har tatt inn over oss det faktum at vi har ratifisert EØS-avtalen, og vi har visse forpliktelser der. Både helseministeren og undertegnede har sagt at vi ønsker en sånn merking på plass, men vi vil gjøre det i en rekkefølge som ikke gir oss spesielle ulemper. Eg vil beklaga at eg sa det eg sa. Eg var ikkje klar over at eg brukte dei orda, før eg vart gjord merksam på det. Det var ikkje meininga å seia at representanten Stensland var representant for legemiddelindustrien. Så det vil eg beklaga, og eg vil gjerne få retta det opp i referatet. Representanten Stensland er representant for Høgre i Rogaland, han er farmasøyt, han er opptatt av legemiddelpolitikk, og han veit òg at det er klare krav til merking av alle legemiddel dersom dei er fosterskadelege, eller dersom ein ikkje kan utelukka at dei er fosterskadelege. Det var det som var mitt poeng. poeng. Dermed meiner eg òg at det bør vera like naturleg å merkja alkoholhaldig drikk med forbrukarinformasjon om det same. same. Jeg har igjen behov for å presisere, for jeg legger ganske mye arbeid og flid i de brevene som jeg sender til komiteen. Den første setningen i brevet som jeg sendte til komiteen, allerede mens komiteen behandlet saken, er: «Jeg ønsker og mener det er viktig å merke alle alkoholholdige drikkevarer på lik linje med andre næringsmidler både ut fra forbruker- og folkehelsehensyn.» Det er mitt standpunkt, og det jobber vi for. Det som en egentlig tar stilling til, er hva som skal være den fornuftige framdriften i dette, men det oppfatter jeg at det er bred enighet om. I noe av debatten kan det framstå, spesielt når en viser til Forbrukerombudets undersøkelser, som at noen er imot å gi forbrukerne god informasjon. Nei, det oppfatter jeg at det er bred enighet om.

vi data

sak nr. 2 foreligger det ikke noe voteringstema. Under debatten er det satt fram ett forslag fra Tove Karoline Knutsen på vegne av Arbeiderpartiet,

sak

var klar

kan

på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 8 og 10, fra Karianne O. Tung på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 11 og 12, fra Kjersti Toppe på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 13, fra Kjersti Toppe på vegne av Senterpartiet Presidenten gjør oppmerksom på at Olaug V. Bollestad i sitt innlegg gjorde oppmerksom på at Kristelig Folkeparti skulle være medforslagsstiller til forslag nr. 9 i innstillingens summariske oppsummering. Det voteres

til revidert nasjonalbudsjett for 2015 fremme konkrete tiltak med bevilgningsforslag for å sikre tilstrekkelig akuttberedskap i berørte områder.» Under debatten er det satt fram i alt fire forslag. Det er forslag nr. 1, fra Olaug V. Bollestad på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 2, fra Ruth Grung på vegne av Arbeiderpartiet og Venstre forslag nr. 3, fra Olaug V. Bollestad på vegne av Kristelig Folkeparti og Senterpartiet forslag nr. 4, fra Ketil Kjenseth på vegne av Venstre Det voteres